Oslo for den styrken PST faktisk har i Oslo, men det er samtidig avgjørende for at dette skal fungere, at dialogen mellom politiet og Politiets sikkerhetstjeneste er minst like god som det den er i politidistriktene for øvrig. Jeg synes også representanten er inne på noe svært viktig når han snakker om viktigheten av at moskémiljøene tar et ansvar.

Kampen må føres langs to spor – straffesporet og forebyggingssporet. Dette er ikke en jobb bare for PST alene. Idet personer dukker opp på PSTs radar, er det ofte for sent. Regjeringens handlingsplan ble godt mottatt. 30 konkrete tiltak med entydig plassert, definert ansvar til forskjellige departement har vist seg å virke. Den er fulgt opp med veiledere, den er fulgt opp med kurs, og den er fulgt opp med det viktigste – man har kommet i kontakt med ungdomsmiljøer som ligger i randsonen, som man ønsker å hanke inn, slik at de ikke rekrutterer til denne type virksomhet. Revidert nasjonalbudsjett inneholder også konkrete bevilgninger til dette arbeidet – 10 mill. kr til forebyggingsarbeid i kommunene, som de kan søke på til konkrete prosjekt, og penger satt av til forskning på ekstremisme, både høyreekstremisme og venstreekstremisme. IS viser en enorm profesjonalitet i både sitt mediearbeid, sin opplæring, sin gjennomføring av militære operasjoner og ikke minst sin rekruttering. Som representanten Bøhler var inne på, i forhold til folketallet og til den muslimske andelen av den norske befolkningen, rekrutteres det her uforholdsmessig mange som fremmedkrigere til Syria. Når unge personer endrer væremåte, endrer talemåte, begynner å forfekte totalitære ideer, endrer klesvei, endrer måten å ordlegge seg på og isolerer seg, er det grunn til å være på vakt. Dette er ikke en type forebyggende og avdekkende virksomhet som bare kan gjennomføres av det offentlige. Nærmiljøet må være på vakt – barnevern, skole, frivillige organisasjoner og moskeer, som her var nevnt. Tidligere har dette vært et Oslo-fenomen, eller et fenomen i det sentrale østlandsområdet. Det er det ikke lenger. I fjor sommer fikk vi nyheten om en familiefar som hadde tatt med seg sin familie fra Senja og reist til Syria og meldt seg som fremmedkriger. Denne kampen må føres langs flere akser skal vi vinne. Vi har ikke råd til å tape, og vi har ikke råd til å miste flere unge mennesker som ledes inn på denne forferdelige veien. Eg vil starte med å takke interpellanten for å reise ei viktig problemstilling. Temaet er veien. Eg vil starte med å takke interpellanten for å reise ei viktig problemstilling. Temaet er meir aktuelt enn nokon gong, og det er ei problemstilling vi må ha kontinuerleg politisk trykk og merksemd mot. Verkemidla for å nå målet kan vere mange, men vi må vurdere kva som fungerer best, og ikkje gjere meir av ting som gjev liten effekt. Eit godt planverk og handlingsplanar er nødvendig, men det er ikkje løysinga aleine. Det trengst òg ressursar, og det trengst eit målretta arbeid over tid for at ein skal lukkast. Faktum er at ein må ha to tankar i hovudet samtidig – for å dei akutte tilfella, men òg for det som verkar over tid. Det er eit ganske framandt bilete vi er vitne til. Norske borgarar vel å dra ut av landet for å delta i straffbare handlingar i utlandet. Dette skjer òg i andre land, så det er viktig at vi trekkjer lærdom av eller andre store byar som har personar som reiser for å delta i denne typen handlingar. Det gjer at innsatsen ikkje kan konsentrerast, men må gjelde over heile landet. Kven som er i risikogruppa, er ikkje alltid like lett å avdekkje. Endringar av åtferd og tenkjemåte skjer raskt. Alle som jobbar med barn og unge, har eit ansvar for å Det er nødvendig at dei som oppdagar endra åtferd hos enkeltpersonar som kan ha vorte radikaliserte, melder frå, og at dei veit kor dei skal melde frå. Som politikarar må vi sørgje for at vi legg til rette for eit samfunn kor alle føler at dei høyrer til, eit samfunn kor ingen føler seg sette på sidelinja, og vi må sørgje for ei god integrering av folk som kjem til landet. Det er med andre ord mange område kor tiltaka må setjast inn. Tidleg innsats for å førebyggje at personar reiser for å delta i denne typen handlingar, er ein føresetnad. Då trengst god informasjonsflyt mellom aktørar for å fange opp risikogruppa. Kommunar, politi, helsevesen og frivilligheita har då nøkkelfunksjonar. Det er utarbeidd gode rettleiarar som må verte gjord kjende for relevante grupper. Dei er detaljerte og lettfattelege, og det er positivt. Kva ein skal gjere når ein er bekymra, korleis ein går fram i samtalar, og kva som er relevante tiltak, er tema ein finn materiale om. Til sist vil eg peike på viktigheita av eksempelets makt. Det at personar som har delteke i slike handlingar,

nærmiljø og lokalsamfunn, slik at alle føler at de er en del av et «vi», og at ikke splittelsen mellom dem og oss øker. Dette gjelder ikke bare folk med en annen religion enn den som Stortinget nettopp har vedtatt at vi fortsatt skal ha som førende i dette landet, eller folk som har sin opprinnelse i Norge i generasjoner. Jeg må minne om at det store terrorangrepet i Norge ble utført av en som var norsk, men som forfektet radikale verdier som går helt på tvers av dem som vi ønsker å bygge samfunnet på: demokrati, likestilling og anerkjennelse av ulike mennesker, og at de kan bo i lag. Det har vært vist til handlingsplanene som er lagt fram, og det er veldig mye som er bra i dem. Jeg har lyst å støtte dem som nå har sagt at det er mange her som nå må inn og ta et ansvar og følge opp dette, og jeg er veldig glad for at statsråden også peker på at man her kan lage mange veiledere, handlingsplaner osv., men det hjelper ikke stort hvis de ikke blir tatt i bruk og ikke følges opp. Derfor skal jeg nå bruke tida mi mest til å snakke om exit-arbeid, for jeg mener at Derfor skal jeg nå bruke tida mi mest til å snakke om exit-arbeid, for jeg mener at det er en veldig viktig bit av dette. Dette arbeidet har vært drevet i Norge med veldig godt resultat. Det har gjeldt ulike typer kriminelle miljøer, og det er sikkert ulikheter mellom de ekstreme miljøene på politisk og religiøs side og de kriminelle miljøene, men noen mekanismer er nok ganske like – spesielt det at det er veldig vanskelig å trekke seg ut når man først har blitt rotet inn i det. Det er nok mange som ønsker seg ut, men som ikke tør. Da er det veldig viktig at vi hjelper unge mennesker som står i fare for å bli radikalisert – enten det er kriminelle, religiøse eller politiske miljøer som driver dem inn i dette – og da må vi ta vare på den kompetansen vi bygger opp, og som vi har bygget opp. Og ett av problemene er jo at det har vært bygget opp kompetansemiljøer på dette, så driver man et prosjekt, så er prosjektperioden over, og så brytes kompetansemiljøet opp. Det må vi nå unngå ved å jobbe med både forebyggingsstrategier og exit-strategier. Det kommer til å være en permanent oppgave i overskuelig framtid i kommunene og i ulike sektorer av samfunnet. Derfor vil jeg spørre justisministeren spesielt om han er enig i den betraktningen, og at man derfor må gå vekk fra finansiering på prosjekt til varige finansieringsordninger som gjør at vi bygger opp og beholder den betraktningen, og at man derfor må gå vekk fra finansiering på prosjekt til varige finansieringsordninger som gjør at vi bygger opp og beholder den kompetansen vi bygger opp på denne typen ting – og spesielt på exit-arbeidet. Mange av disse prosjektene lever nå litt fra hånd til munn, fordi de må søke om penger. Kanskje kommer det penger, kanskje kommer det ikke penger, og da kan veldig mye god kompetanse gå tapt. tapt. Så dette er ikke ad hoc-løsninger som vi kan bygge opp og bygge ned. Jeg er veldig glad for det statsråden nå sier om at man også skal legge inn penger til forskning på dette. Noe av kritikken mot exit-arbeidet før har vært at den følgeforskningen som skulle være med, var altfor dårlig, og at det på en måte renner ut i sanden når prosjektene blir nedlagt. nedlagt. Det er det ingen grunn til at det skal gjøre, for dette vil være ordninger som man – som sagt – i overskuelig framtid er nødt til å bygge opp. Det som har vært sagt om at her må man også rekruttere folk som har hatt skoene på – eller som har det som kalles «street cred», tror jeg – inn i disse programmene, er viktig. Til slutt: er også en del kvinner som rekrutteres inn i disse ekstreme miljøene, men også av dem som reiser, og jeg tror det kanskje trengs særlige tiltak for dem for å kunne bryte ut, for jeg tror at de er utsatt for enda sterkere mekanismer. Jeg har bare lyst til kort å uttrykke en støtte til mange gode innlegg her, der man har

de er ute etter å søke en identitet, de kan ha ideologiske motiver, eller det er rett og slett noen som drar dit ned av eventyrlyst. Dette klarer apparatet som å følge med på. Så det man kanskje egentlig bør styrke, er en bevisstgjøring rundt de forholdene og de tegn man kan se etter, for å oppdage dem som går inn i disse grupperingene. Det var min korte kommentar. Tusen takk igjen. Jeg vil takke for mange gode innlegg, som viser at det

Jeg tror vi må understreke at vi også har en ny type terror med lavterskelangrep – på gateplan med kniv og enkle våpen – hvor formålet er annerledes enn ved tidligere terrorhandlinger, og hvor det først og fremst er snakk om å spre en voldsom frykt, redsel og å skape splittelse. skape splittelse. Det er klart at et av svarene er det som Karin Andersen var inne på, at vi også må stå sammen med det store flertallet av moderate muslimer – vanlige muslimer – som er mot dette. Det er samtidig viktig at vi ikke overlater debatten bare til de modige muslimene som står opp og tar den offentlige debatten, og som utsettes for ganske store belastninger. Vi må ta den alle vi andre i det norske samfunnet Det er viktig at ingen gis opp. Oslo politidistrikt forteller at 90 pst. av de personene de jobber med, ikke havner i sånne nettverk. Så de forebygger og greier å oppnå resultater for veldig mange. for veldig mange. Jeg vet selv om eksempler lokalt på at personer som har vært fotografert med maskingevær osv. og stått fram på nettet med det, senere har kommet inn på andre tanker og andre veier. Vi må være klar over at det er mulig å nå fram. Det er viktig ikke å gi opp personer, selv om det virker som de har gått veldig langt i den retningen. Det er to punkter jeg bare vil ta en liten runde til på av det som statsråden var inne på – det gjelder PSTs representasjon i ulike politidistrikt. Det er sånn i andre distrikter der PST er representert, at det ikke er de personene som skal følge eventuelt farlige personer, som sitter på kammeret. Det er de personene som sørger for tett kontakt, dialog og samarbeid og utveksling av informasjon. Det er en sånn person jeg tror det kunne vært viktig å tenke på å ha også inne på huset i Oslo politidistrikt. De ressursene som følger personene, er et annet spørsmål – de har vi i Oslo. Det er riktig som statsråden sier, at vi er i en god situasjon der vi i en god situasjon der vi har PST når det gjelder å ha ressurser for hånden på det operative området. Men nå tenker jeg på den daglige kontakten i distriktet. Jeg er glad for at statsråden og jeg, tror jeg, har samme intensjon når det gjelder taushetsplikt. Jeg har lest det som står i den nasjonale veilederen, og det som står i SaLTo-veilederen i Oslo. Jeg tror at hvis statsråden skulle jobbet med dette lokalt og hadde lest disse henvisningene om hvordan man skal holde seg til reglene sånn og sånn, og så skal man slå opp for å finne unntak – det er ikke så veldig … Jeg tror man trenger å gå gjennom dette en gang til for at det skal bli oversiktlig. Det må bli en annen gang, for nå er taletiden er ute. Det er én fordel ved de veilederne som representanten Bøhler viste til, og det er at de også finnes i elektronisk form. Man kan bare klikke, så kommer man til de ulike delene som man er ute etter. Sånn sett er det et poeng. Men det er også viktig at vi jobber videre med å få tydeliggjort og klargjort grensene og for så vidt rammene for taushetsplikt og varslingsplikt. Alle som har vært her oppe, tror jeg har sagt at dette er komplisert, og det understreker jo hvor komplisert dette faktisk er. Jeg har lyst til å si at det også er en del positive ting. Da regjeringen for et års tid siden lanserte denne handlingsplanen, karakteriserte PST det som et kvantesprang for forebyggingsarbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Det er gode karakteristikker, og jeg tror nok at når man ser oppfølgingen av dette, er vi i hvert fall godt i rute. Men vi har motkrefter der ute. Propagandamaskineriet til IS har vært nevnt av flere her. Det er en enorm innsats fra IS’ side for å forherlige denne formen for radikalisering og den reisevirksomheten som dessverre for mange lar seg lokke ut i. Og det gjør det hele enda mer komplisert når vi vet at det er mange forskjellige grunner til at man blir radikalisert, eller at man reiser til Syria som fremmedkriger. Det kan være ideologi – det er de som er ideologisk overbevist om at dette er riktig. Det kan være de som har vært utenfor, som plutselig finner en misjon, en tilhørighet. Det kan være kriminelle som reiser for å begå kriminalitet. kriminalitet. Det gjør at dette bildet blir veldig komplisert. Representanten Vestby var i sine betraktninger inne på viktigheten av å ha en oversikt over hva vi skal se etter for å vurdere hvilke personer som er i faresonen. Det er en opplisting bak i handlingsplanen som viser en del av de radikaliseringstegnene man skal være oppmerksom på når man er i førstelinjen. Så skal vi ikke glemme – det var Elvenes som var inne på det – at dette handler om to ting. Det handler om forebygging, men det handler også om straffesporet. Det er dette handler om to ting. Det handler om forebygging, men det handler også om straffesporet. Det er også viktig å benytte straffesporet når det er grunnlag for det og man ser at det faktisk har konsekvenser når man trår over disse grensene. Representanten Andersen var bl.a. inne på at det er mange ulike måter å forebygge på. Hun kommenterte spesielt exit-programmene. Det er alltid en utfordring med prosjekter at de ofte har en begrenset varighet. Formålet med prosjektene er jo at man skal finne frem til hva som fungerer best – hva som er de beste prosjektene. Og så er det de som på en måte skal normaliseres og leve videre. Men det er et innspill som det er viktig å ha med seg, for det er viktig at man ikke mister den kompetansen som blir opparbeidet i mange av disse veldig gode og viktige prosjektene som gjennomføres lokalt. Jeg er veldig glad for det engasjementet denne debatten viser. Jeg er veldig glad for den brede politiske enigheten det er om hva som er utfordringen, at det ikke er noen som løper og tror at det er noen «quick-fix», og at Stortinget står sammen om å løse denne store utfordringen fremover. Dermed er debatten i sak nr. 9 over. Dagens kart er ferdigbehandlet, og det blir ringt til votering.